kan gi en følelse av trygghet og litt kontroll, men dessverre er det for mange slik at det ikke hjelper, fordi vedkommende som utøver vold, likevel bryter besøksforbudet, og når man trykker på knappen, er det for Så omvendt voldsalarm er for SV et uhyre viktig tiltak å få på plass for flere – både fordi vi tror det kan hindre voldsepisoder og til og med drap, og fordi det plasserer ansvaret og begrensningene på vold. Det er et rettsprinsipp som jeg mener Stortinget må være mye tydeligere på, at det er den som utøver vold, som skal få sin handlingsradius innskrenket, ikke den kvinnen eller hele den familien som har vært utsatt for dette.

sine metodeverktøy mot partnerdrap. Det sier justisministeren er opp til politidistriktene, men det burde være regjeringens ansvar å sikre at alle gjør det, for vi vet at det redder liv. Vi har heller ikke fått nye forslag om hvordan man kan utvide bruken av omvendt voldsalarm. voldsalarm. Jeg frykter også at det kommer til å ta nye måneder og år med utredninger, men det må på plass, for det kan redde liv. Jeg skal ikke dra ut debatten, jeg har bare lyst til å si takk

utfordring. Det er ikke første gang vi diskuterer dette temaet, og det er nok dessverre heller ikke siste gangen. På torsdag kommer Barnevoldsutvalget med sin NOU. Jeg har bare fått litt kjennskap til det, og det er urovekkende. Når det gjelder vold i nære relasjoner, er dette et felt som vi har et ansvar for å løfte opp og ha en satsing på.

mener jeg. Det er kommunene etter krisesenterloven som er ansvarlig for å følge opp de voldsutsatte i rehabiliteringsfasen. Det er mange kommuner som har gode planer for dette, og kommunene er oppfordret til å ha gode planer for dette. Fylkesmannen har ansvar for å føre tilsyn med at kommunene skal følge opp de pliktene som er gitt i krisesenterloven. Det arbeidet er noe departementet tar opp i sine styringsdialoger med fylkesmannsembetet, for virkelig å legge trykk på at det er viktig at Fylkesmannen tar opp dette. Så vet vi at det er viktig å følge opp det arbeidet som går på Nav. Nav. Derfor er jeg veldig glad for at arbeidsministeren i sine tildelingsbrev til direktoratet har vært veldig tydelig på at Nav-kontorene skal ha den nødvendige kompetansen om særlige problemer og behov for rehabilitering når det gjelder henvendelser til personer som er utsatt for vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og menneskehandel. Det jobbes også nå med en egen nettbasert veileder for de ansatte i Nav.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

Komiteen minner derfor om oppfølgingen av Stortingets vedtak om å opprette et offentlig utvalg som skal kartlegge pengestrømmer i offentlig finansierte velferdstjenester, og at en slik kartlegging vil kunne gi et langt bedre grunnlag for å vurdere tiltak for å sikre at pengene blir brukt til formålet. Jeg ser dette som én i en rekke saker fremmet av SV for å fremme sitt ideologiske syn på at tjenester som det offentlige har ansvaret for, primært skal utføres av det offentlige eller private ideelle leverandører. Det er et ideologisk standpunkt vi i Høyre respekterer, selv om vi mener at det ikke er navnet på leverandøren eller hvem som utbetaler lønn til de ansatte, som er avgjørende. For oss er det derimot kvaliteten på tjenestene som er avgjørende i valg av leverandører, at det er innenfor de bestillinger de offentlige myndigheter har gjort, og ikke minst at det etableres et mangfold av tilbud til innbyggerne som gir best mulig hjelp til dem som trenger det. Utfordringene i forslaget til SV er at de har konkludert på en måte som vi med vår beste vilje ikke kan se at sikrer kvaliteten på tjenestene, ei heller at vi sikrer det mangfold av tilbud som trengs til en slik sammensatt gruppe som barnevernsbarna er. Formålet med barnevernstjenestene er å gi et tilbud for trygge for barn i de tilfellene hvor familiene selv ikke greier å tilby dette. Dette er en viktig oppgave. Alle gode krefter må tas i bruk. Ingen har kunnet overbevise meg om at dersom vi vedtar tilsvarende regler for barnevernsinstitusjoner som for friskoler, så blir tilbudet til barnevernsbarna bedre. Ingen kan heller dokumentere at dersom vi prioriterer de ideelle tilbyderne med særavtaler uten anbudskonkurranse, så blir tilbudet til barnevernsbarna bedre. Ingen kan med troverdighet heller si at dersom det offentliges valg av lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår blir fasiten for barnevernstjenestene, så blir tilbudet til barnevernsbarna bedre. Vi støtter derfor ikke SVs forslag, men støtter departementets arbeid med kartlegging av pengestrømmene og avventer resultatet av den kartleggingen. Vi er, håper jeg, felles om å føle ansvar for at barnevernstjenesten leverer gode tilbud til barna

finansiere. Det er gode indikatorer på at ansettelsesforhold i private institusjoner kan være ulike fra offentlig sektor, særlig når det gjelder arbeidstid, lønn og pensjon. Det er viktig å si herfra at det er mange gode, seriøse barnevernsaktører som leverer gode tilbud til barn som trenger det, og som er gode arbeidsgivere. Men det er unntakene vi må gripe fatt i. Det må derfor være en kontinuerlig oppfølging av bruken av de offentlige midlene, og det må være kontroll på anbudene. Arbeiderpartiet mener at barnevern skal være et offentlig ansvar, men at ideelle ikke-kommersielle aktører er et viktig bidrag for å skape mangfold. De private leverandørene bidrar med å supplere og er viktige aktører. Kvalitet og kompetanse samt langsiktige kontrakter kan skape forutsigbarhet, og det savnes. Når vi likevel ikke støtter forslagene til SV, som vi til dels kan være veldig enig i, er det fordi regjeringen er bedt om å gjennomgå og kartlegge pengestrømmen. Jeg vil også vise til de forslagene som ble fremmet i Innst. 354 L for 2016–2017, der Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet ba om en gjennomgang av regler for å se på begrensning av uttak. Det forslaget fikk dessverre ikke flertall. Men i proposisjonen til barnevernloven problematiserer regjeringen at så mange aktører innenfor barnevernet nå er private, og de sier selv at det er uoversiktlig og et vanskelig terreng å manøvrere i. Når vi leser dette, kan vi håpe på at regjeringen selv ser at her må vi få fortgang i gjennomgangen. Under behandlingen av barnevernloven foreslo Venstre at det skulle være en gjennomgang uten at det med uttak ble berørt. Det fikk flertall, og dermed forsterker det vedtaket som også ble fattet i 2016. Dermed har regjeringen fått beskjed om hva de skal gjøre, og vi forventer at det kommer til å gi oss bedre oversikt og bedre kunnskap om hva slags tiltak som skal og må settes inn for å sørge for at pengene kommer barna til gode. Det er

i offentlig finansiert velferdstjeneste. I det vedtaket ble regjeringen bedt om å sette ned et offentlig utvalg for å se på pengeflyten i offentlig finansierte velferdstjenester. Jeg er glad for at hele komiteen mener at en slik kartlegging vil kunne gi et godt grunnlag for videre tiltak for å sikre at pengene våre blir brukt til det som er formålet – for det er det som er hele poenget.

hele tiden er offensive og opptatt av hvordan den offentlige pengeflyten er når det gjelder det vi bruker til kjøp av tjenester i privat sektor. Jeg må si at etter avsløringen som VG hadde, av en aktør

opptatt av hvordan den offentlige pengestrømmen er. Og jeg tenker at det viktigste tiltaket vi kan gjøre, er å stille krav til kvalitet – for kvalitet koster, og da skal det ikke være forskjell på verken offentlig eller privat barnevernstilbud.

Om lag 70 pst. av dei statlege kjøpa i 2015 skjedde frå kommersielle selskap, og det var ein stor auke frå året før. 65 pst. av dei ønskjer å redusera denne bruken. I mars 2016 kom rapporten frå Vista Analyse om bruken av private aktørar i barnevernet i Noreg. I rapporten si oppsummering vert det slått fast at private aktørar speler mange viktige roller i barnevernet. Dei har i stor grad fått utforma desse rollene sjølve. Statlege myndigheiter har i liten grad regulert dei juridiske og marknadsmessige forholda, og dette set dei kommunale barnevernstenestene i ein vanskeleg situasjon, ifølgje rapporten. Desse har eit omfattande juridisk ansvar, bl.a. for barns rettstryggheit, når dei vel å setja ut sine oppgåver til private aktørar. Dei må sjølve utforma verkemiddel for å vareta dette ansvaret, og dei må sjølve finna ut korleis dei skal manøvrera i ein marknad sterkt prega av leverandørmakt. Senterpartiet meiner at dagens praksis med korte kontraktsperiodar for barnevernet sine omsorgstiltak utfordrar barns rett til stabile rammar rundt oppvekst. oppvekst. Det er eit myndigheitsansvar å sikra gode rammevilkår for private ideelle tiltak og institusjonar, og at kontraktane vert utforma slik at dei også tar omsyn til verdifulle mindre aktørar. Nærmare 90 pst. av kommersielle barnevernstenester vert i dag levert av fire store konsern som har gjort barnevern til ei lukrativ næring. Senterpartiet har programfesta at barnevernstenester i all hovudsak skal drivast av det offentlege og private ideelle verksemder og vil arbeida for rammevilkår som sikrar dette. Vi vil avslutta bruken av konkurranseutsetjing og anbod i barnevernssektoren. Private ideelle verksemder er eit viktig supplement og må sikrast langsiktige avtalar med det offentlege. Ut frå dette vil vi i dag støtta SV sine forslag. Offentlege tilskot til barnevernsinstitusjonar må følgja tilsvarande reglar som i friskolelova § 6-3, der det står at skulen ikkje kan gi utbytte eller på annan måte

Det tror jeg at vi alle kan enes om, det tror jeg er visjoner som deles i denne salen. Derfor er det leit at vi skiller lag på veien videre, for selv om vi alle ønsker å trygge utsatte unger, står SV sørgelig alene om å ville sikre at ressursene vi som samfunn bruker på utsatte unger, nettopp går til omsorg og ivaretakelse og ikke til profitt. Vi står sørgelig alene om å ville forsikre oss om at pengene går til barnevernsbarn og ikke barnevernsbaronene, som sylter verdier ned i skatteparadis.

mitt syn direkte uansvarlig. Det er uansvarlig fordi vi bør sørge for at skattepengene går til formålet de er satt av til, ikke til skatteparadis, og fordi midlene, ressursene, burde gå til barnevernsbarna, ikke barnevernsbaronene. Innen barnevernet har det de ti siste årene skjedd en konsentrasjon av fem kommersielle aktører. Mens det for få år siden fantes en rekke små tilbydere, er det nå utenlandske eiere som dominerer markedet. For ja, det er et marked, der det hentes ut millioner av kroner i fortjeneste fra barnevernssektoren. Det mangfoldet som ofte hylles når vi diskuterer disse spørsmålene, er i ferd med å forsvinne. Ideelle aktører som har gitt verdifulle bidrag innenfor sektoren, blir skviset og utkonkurrert av kommersielle aktører. Det syns jeg er problematisk, og det viser også at den utviklingen som alle ønsker, og som man nettopp løfter fram i debatter i Stortinget og i offentligheten, er noe helt annet enn det som skjer Jeg setter pris på Senterpartiets klare støtte i saken, og jeg setter pris på at Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti deler intensjonene, for ingen kan si for sikkert at markedsprinsipper sikrer et bedre tilbud til barnevernsbarn. Jeg tar opp SVs forslag.

barnevernet. Brukt på riktig måte vil private aktører gi gevinster i form av bedre kvalitet og lavere kostnader sammenlignet med en situasjon med kun offentlige aktører. Det avgjørende for regjeringen er at barn og unge får den hjelpen de trenger. Private aktører bidrar til mangfold og gir barnevernet mulighet til å velge det beste tilbudet for det enkelte barn. Det har de siste årene vært en vekst i bruken av private aktører i barnevernet. De utfordringene vi har på dette området, omtalte jeg for et par uker siden i Stortinget da vi behandlet barnevernsreformen. Representantenes forslag om utbyttebegrensning er imidlertid ikke det rette stedet å starte. Derimot kan en utbyttebegrensning være en avsporing. Man kan tro man rydder opp, uten at man gjør noe med de reelle utfordringene knyttet til hvordan og når private brukes. brukes. Vi er nødt til å starte med å se nærmere på de grunnleggende rammevilkårene for det offentliges bruk av private. Det er en slik gjennomgang regjeringen ønsker. De private skal brukes der det er nyttig, og på en måte som bidrar til god kvalitet, rettssikkerhet og god ressursutnyttelse, slik at vi får et tilbud som er til det beste for barna. Jeg ser det ikke som et problem at kommersielle aktører tjener penger på å levere tjenester det offentlige har behov for. Men vi skal selvsagt ikke betale mer enn nødvendig, og vi skal være trygge på at vi får den kvaliteten vi bestiller, og den kvaliteten barna har behov for. Derfor anskaffes tjenestene gjennom konkurranse, slik det også ble gjort under den forrige regjeringen. regjeringen. Rammeavtalene om kjøp av institusjonsplasser som ble inngått i 2010, inneholdt ingen klausul om utbytteforbud. Jeg registrerer nå at SV ønsker å avvikle anbudskonkurransene. Det ville være svært uheldig for tilbudet til sårbare barn og unge. Anbudskonkurranser er verktøyet vi bruker for å sammenligne ulike aktørers pris og kvalitet. kvalitet. En innsnevring av institusjonstilbudet, slik forslagsstillerne ber om, vil kunne gi kapasitetsutfordringer, færre valgmuligheter og et dårligere tilbud til barna. Vi har i denne perioden tatt flere grep for å styrke etatens styring og kontroll ved kjøp av tjenester. kommunene, fosterhjemmene og den private leverandøren. De nye avtalene har gitt Bufetat og kommunene mer kontroll over innholdet. Vi mener også at barna har fått det tilbudet de faktisk Bufetat har også inngått nye avtaler med leverandører, som kjøp av institusjonsplasser i 2016. Til forskjell fra de kontraktene som da utløp, er de nye rammeavtalene tydelige på hva som skal leveres til hvert enkelt barn, og prisstrukturen er enklere. Jeg er opptatt av at vi skal ha et mangfold av aktører, vi skal ha god kontroll og god kvalitet til beste for barna.

på. Under behandlingen av barnevernloven kom det et nytt forslag om gjennomgang. Hvor mye har statsråden gjort fra april 2016, og hva kommer hun til å gjøre med det nye forslaget som ble vedtatt? Som sagt ble det fattet et vedtak, og det er finansministeren som har ansvaret for å kartlegge den pengestrømmen, så det har jeg nok ikke oppdatert kunnskap om. Men det er det mulig å skaffe representanten. Når det gjelder det som ligger under mitt ansvarsområde, har vi under arbeidet med barnevernsreformen fått flere rapporter som viser at det er viktig å få en gjennomgang av kommunenes bruk av private Dette fikk støtte og ble vedtatt i Stortinget for 14 dager siden. Det er et arbeid vi er i gang med, og så kan jeg ikke si noe mer om hvor langt vi er kommet. Men jeg kan forsikre representanten om at det er et arbeid vi har satt i gang, samtidig som vi også følger opp det forslaget som ble vedtatt her på Stortinget. Statsråden skriv i brev til komiteen at «Regjeringen mener at det i utgangspunktet ikke er grunn til å skille velferdstjenester fra andre typer tjenester. Innrettingen av markedene for ulike tiltak og

i barnevernsreforma har ein omtalt særtrekka på barnevernsområdet. Er statsråden komfortabel med å skildra barnevernsområdet som

får tilbud tilpasset sitt behov. Regjeringen ønsker også å gi kommunene et større ansvar på barnevernsfeltet – å kunne velge institusjoner og plasseringer. Da er det viktig at vi har tilbud som det enkelte barn trenger. Så skal vi ikke betale mer for tjenestene enn det som er nødvendig. Derfor er jeg glad for at vi har nødvendig. Derfor er jeg glad for at vi har tatt grep disse årene, både når det gjelder institusjonsplasseringer og når det gjelder å følge opp det som går på kjøp av fosterhjemsplasser. Noen av dem går ikke ut før i 2018. Det er viktig å ha god kontroll, det er viktig å ha god kvalitet og sikre seg at en får dette. Det er noen grep som regjeringen har tatt.

at utbyttebegrensning ikke er veien å gå. Da lurer jeg på hvilken vei statsråden mener det er riktig å gå. I likhet med det forrige regjering gjorde, der SV satt med barne- og familieministeren, er det også viktig at vi bruker både ideelle og kommersielle.

åpne. Så de ideelle har gode muligheter til å være med på dette. Det er ingen skam å tjene penger i dette landet. Det som er viktig, er at vi har et mangfold, at vi har de private som er med på å gi et godt tilbud, og at vi ikke betaler mer enn vi skal for tjenestene. Derfor ønsker jeg ikke å begrense utbyttet. Jeg registrerer at det gjorde heller ikke forrige regjering, med SV i spissen, da de inngikk avtalene i 2010. Replikkordskiftet er omme. Nei, det er ingen

Nå sier statsråden at hun har lyst ut konkurranser der man har satt av deler av det til en ordning for ideelle. Ja, det er fint. Det kritiserte Fremskrittspartiet Sosialistisk Venstreparti veldig sterkt for da vi satt i regjering. Det må man sjølsagt gjøre. Det handler ikke om at Sosialistisk Venstreparti mener at de ansatte i disse institusjonene gjør en dårlig jobb. Nei, det er ikke det det handler om. Det handler om at barnevern ikke er butikk, og at man skal drive barnevern fordi man er opptatt av barnevern, og ikke fordi man bare har en interesse av å tjene penger på det. Jeg har kikket litt på disse som nå er private tilbydere i barnevernet. De sju største

Aleris Ungplan og BOI AS, Humana AB, Team Olivia AB, Unicare BAB AS og Aberia Ung AS. De tre største konsernene har svenske eierskap, som er eid av ulike finansielle oppkjøpsfond. Aleris er eid av Wallenberg-fondet Investor AB og en del andre fond, som er registrert i London og i skatteparadiset Olivia er eid av det svenske Guernsey-registrerte fondet Procuritas. Unicare Holding ble i 2016 delvis solgt til det britiske oppkjøpsfondet G Square, mens halvparten av aksjene er fordelt på de norske lederne av selskapet: Tom E. Tidemann-Andersen med 30 pst. og Una

og til ordentlige stillinger til de ansatte, slik at vi kan rekruttere de beste til disse jobbene.

gjøre for i større grad å sikre at de pengene som bevilges, kommer barna til gode. Sosialistisk Venstreparti foreslår et utbytteforbud. Det tror vi er både vanskelig gjennomførbart og uheldig, for det er viktig at det er en sektor som det er interesse for å søke i, og hvor vi har et stort mangfold. Samtidig jeg har gjort det ved en rekke anledninger – også sammen med Kristelig Folkeparti at hvis man har muligheten, og der man har muligheten, skal man prioritere ideelle aktører som i større grad ivaretar lønns- og arbeidsvilkår og ikke minst kvaliteten for ungene. I svar på utfordringen fra Sosialistisk Venstreparti svarer bare Solveig Horne og regjeringa at det er vondt og vanskelig å få til en begrensning. Ok, men hva gjør vi da tross alt med det handlingsrommet vi har? Her har vi over lang tid etterlyst muligheten for at man i anbudsrunden kan legge vekt på lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår, at kvalitet vektlegges mer enn pris, og at og at virksomhetenes investering i kompetanse for ansatte og faste stillinger vektlegges når anbud skal avgjøres. Jeg kunne tenke meg å høre hva statsråden ønsker å gjøre for å forsikre seg om at man i anbudsprosesser stiller mange strenge krav som sikrer at pengene brukes på kvalitet. Det vil i seg selv hindre utbytte, for bruker man midlene på å investere i de ansatte og i tilbudet til barn og unge,

i privat profitt. Hvorfor er det greit at man kan det? Hvorfor er det greit at vi har et lovverk som sier at en seksåring i skolen skal skjermes, mens det er greit at en treåring i barnehagen eller en tenåring i barnevernet skal være et spekulasjonsobjekt? Hvorfor er det logisk? Og hvorfor

ville vært interessant å høre statsrådens tanker om arbeidet som er satt i gang, og hvordan det skal følges opp – om det vil være et behov for å ta grep om det viser seg at en stor andel av pengene, som statsråden ikke har kontroll på hvor går, forsvinner ut lommer. Eller er det sånn at det at det er legitimt at man tjener penger på barnevern, ikke skal ha noen grense så lenge konkurransen er såpass hard at det kan være billige tjenester som leveres? For det er jo sånn statsråden argumenterer, at det ikke er et problem at pengene forsvinner ut fra de utsatte ungene, bare man slipper å betale for mye for den tjenesten som leveres. Da vi satt i regjering, erstattet vi anbudsrunder med langsiktige kontrakter. Det var jo ikke fordi kvaliteten kom i andre rekke, det var fordi tryggheten til ungene og kvaliteten, forutsigbarheten og oversikten skulle komme i første rekke. Det er veldig bra at vi ser at vi på rød-grønn side deler visjonene for feltet, og at vi i hvert fall ser at vi skal i samme retning på vi i hvert fall ser at vi skal i samme retning på sikt når det gjelder å sørge for at penger til velferd går til formålet. Det tyder på at vi trenger et regjeringsskifte for at utredningene som er satt i gang, faktisk skal bli fulgt opp på et fornuftig vis. Det blir i denne salen framstilt som om det er

og de kontraktene løp til 2018. Det er forskjell på partiene her i denne salen, for høyrepartiene mener at det altså ikke er noe galt i å kunne tjene penger og også tjene penger på tjenester som blir gitt i barnevernet. Men det viktigste vi som statlig eier da kan gjøre, er å forsikre oss om at vi ikke betaler for mye. Måten å gjøre det på er å bruke anbudssystemene, som også den forrige regjeringen brukte – det var ikke snakk om noe utbytteforbud da SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet styrte. For oss har det vært viktig når vi har inngått de nye avtalene, for anbudskonkurransene hjelper oss med å sammenligne aktørene med hensyn til både kvalitet og pris. Det er også på den måten vi klarer å sikre at vi har et best mulig tilbud til barna.

arbeidsforhold. Jeg er veldig glad for den muligheten, som også barnevernsbarna tar opp, at mange av de private kan ha medleverturnus, som gjør at barna får et bedre forhold til dem som jobber der, de kan jobbe lengre tid, og barna slipper også å forholde seg til så mange ansatte. Så det er mange fordeler med både ideelle og statlige og kommersielle aktører. Jeg er glad for at vi har de private aktørene, som bidrar med mange viktige oppgaver på barnevernsfeltet, og det er viktig at vi har kontroll og tilsyn med det arbeidet de utfører. Neste taler er representanten Arild Grande, som

for å forsikre seg om at det sterkere vektlegges kvalitetskrav i anbudene? Hvordan kan man sørge for at man i større grad konkurrerer på kvalitet framfor på pris? Det har ikke statsråden noen som helst svar på. Jeg kan ikke forstå at Fremskrittspartiet og statsråden kan sitte stille og se på at så mye penger som skulle ha gått til barna, av skattebetalernes penger, går til utbytte til utlandet. Det er for meg en gåte. Det er helt åpenbart, som Kirsti Bergstø er inne på, at skal man få til en forandring på dette, og en vektlegging av kvalitet framfor pris, da trenger vi et regjeringsskifte til høsten. Antydningen om byttet skyldes jo at jeg trodde jeg skulle være siste taler, av to grunner. Det ene var at jeg ville takke for debatten, og

private tilbydere, private ideelle tilbydere eller offentlige som utfører tjenesten. Men i tillegg til å takke for debatten hadde jeg lyst til å takke Solveig Horne for fire år med samarbeid – gode debatter og godt samarbeid. Dette er den siste debatten denne familie- og kulturkomiteen har på familiefeltet, og jeg synes statsråden har både levert godt og opptrådt korrekt og godt overfor komiteen. Så takk for det.

Det var interessant at statsråden i sitt innlegg tok opp medleverturnusen, for nettopp arbeidsforhold er en viktig dimensjon i spørsmålet om hvordan man sparer penger innenfor barnevernssektoren. Vi har grove eksempler på underbemanning, på turnusordninger som ikke bare går på helsen løs for de ansatte, men som også går på kvalitet og faglig forsvarlighet løs. Siden statsråden nå har tegnet seg, lurer jeg på om hun kan svare på hvordan hun ser på alvoret i å spare penger på arbeidsforhold som går på helse og faglighet

og at man ikke ser fram til å skulle jobbe slik særlig lenge. Det betyr at det blir en høy «turnover», og at man samler lite erfaring. Så jeg tror at hvis man ser på dette, må man gjøre det grundig. Så er jeg glad når representanten Harberg sier at pengene skal gå til det de er satt av til – og det er jo nettopp det SV diskuterer.

går. Jeg synes det er bra hvis vi nå kan få undersøkt disse pengestrømmene, men jeg lurer jo på hva regjeringen har tenkt å bruke den undersøkelsen til, hvis det ikke er for å begrense at penger tappes ut av dette systemet, penger som vi har bevilget til barnevern, og som fyker ut av barnevernet igjen – og til og med ut av landet og inn i selskaper som har plassert seg i skatteparadis. skatteparadis. Jeg skjønner ikke hva regjeringen har tenkt å bruke en slik pengestrømsanalyse til, hvis det ikke er for å begrense dette. Det andre er: Nå var det en barnevernsreform som ble lagt fram her, og statsråden gjentar at nå skal kommunene gjøre mer av dette. Et av problemene med anbud er jo at det er svært komplisert. ser at statsråden rister på hodet, men da kan hun forklare det, for hun sto her nettopp nå og sa at poenget var at da skulle kommunene også inngå slike kontrakter. Og det er veldig vanskelig å inngå disse kontraktene, det vet statsråden, for hun vet også at det store statlige systemet har blitt lurt av noen som utgir seg for å være ideell, og som ikke er det. det. Det er svært mange måter å gjemme penger på i disse selskapene som ikke handler om å ta ut aksjeutbytte, men som handler om å organisere seg smart, med ulike typer selskaper, og tappe ut penger på ulike områder. Og jeg er bekymret hvis det virkelig er slik at statsråden mener at kommunene nå skal drive med mer av dette, for det er det svært mange til. Da må vi i hvert fall slutte å høre at det er for mange byråkrater i offentlig sektor. For hvis vi skal ha slike systemer der man skal handle med private på denne måten, må man ha nok byråkrater som er kompetente til å håndtere det. Jeg sto her og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

For Arbeiderpartiets del – aller først: Det er levert inn noen alternative, løse forslag her i dag fra forslagsstillerne. Arbeiderpartiet vil fra Senterpartiet, om digitalisering. Det er i tråd med det vi selv skriver i våre merknader. Den nye formuleringen er også i tråd med det statsråden tidligere har sagt – å bevare historisk bevaringsverdige originaler selv om de er digitalisert. Jeg oppfatter det som en understreking av noe vi alle er enige om. Når det gjelder omorganiseringen for øvrig, deler vi i Arbeiderpartiet flere av forslagsstillernes bekymringer. Ikke dermed sagt at vi bør beholde ting slik det alltid har vært – arkivtjenester må endre seg i tråd med teknologiutvikling og endrede rammebetingelser. Det har også vært en målsetting med omorganiseringen. Den nye organisasjonsstrukturen kan bl.a. også gi mulighet for mer enhetlig tilsyn og myndighetsutøvelse fra Arkivverket. Det som er viktig for oss, er at det ikke er Stortingets oppgave å gripe inn i interne omorganiseringsprosesser som er gjennomført etter enighet med fagforeninger og arbeidstakerrepresentanter. Prosessen har medført mye usikkerhet, men når den nå er landet, mener vi det vil være uheldig å bidra til å skape ny usikkerhet for de ansatte. Det har vært en forutsetning fra Stortinget at statsarkivene skal bestå som egne enheter gjennom omorganiseringen. Det forutsetter Arbeiderpartiet fortsatt. fortsatt. Vi er opptatt av at statsarkivene har en viktig rolle å fylle i sine regioner, og at det betinger god lokal forankring og en viss stedlig ledelse. Vi er også opptatt av at den lokale magasinkapasiteten ved det enkelte Når vi ikke støtter de øvrige forslagene, er det fordi vi anser dem som ivaretatt i vårt eget forslag. Det engasjementet som er vist for arkiv generelt i Stortinget de siste årene, knyttet til både Arkivverket og privatarkiver samt i problemstillinger som trekkes opp i representantforslaget og i våre merknader, viser, mener vi, at det er behov for en overordnet diskusjon om arkivenes rolle og funksjon i det norske samfunnet, herunder private arkiver. arkiver. Vi mener at det bør gjennomføres en bred arkivutredning. Jeg tar dermed opp mindretallets, Arbeiderpartiets, forslag i innstillingen. Representanten Lasse Juliussen har tatt opp det forslaget han refererte til.

Det betyr ikke at Stortinget ikke kan mene noe om hvordan arkivtjenesten i Norge skal organiseres framover, men dersom Stortinget skal være med og mene noe om det, trengs det et langt bedre grunnlag enn det vi har her i dag. Derfor landet vi på det. Det er en tøff omstilling Arkivverket er inne i – fordi tidene endrer seg. Det er en helt nødvendig omlegging. Jeg har tiltro til at Arkivverket arbeider seriøst og skikkelig med dette og jobber godt sammen med sine ansatte. Tilbakemeldingene vi har fått, er at dette er høyst nødvendig. En må tilpasse seg en ny verden, en må tilpasse seg de nye behovene som dukker opp. Så en liten kommentar til forslaget fra mindretallet, fra Arbeiderpartiet. Det som bekymrer, er at det står at en skal «iverksette en bred utredning av samfunnets arkivfunksjoner, med særlig vekt på regionale arkivtjenester, nasjonalt samspill og håndtering av digitale utfordringer».

stoppe prosesser, noe som kan bli til hinder for å ruste Arkivverket i møte med framtidens arkivutfordringer. Samtidig vises det i en flertallsmerknad til et vedtak som ble gjort i forbindelse med Innst. 14 S for 2016–2017: «Stortinget ber regjeringen om at det igangsettes en revidering av arkivloven av 1999.» Det var en samlet komité som sto bak det forslaget. Men det forslaget handler om et utvalg som bl.a. skal beskrive de viktigste utfordringer og utviklingstrekk i arkivsektoren. Jeg er litt redd for at det kanskje ikke er nok for å sikre et regionalt arkivverk, og jeg vet i hvert fall ikke om det er nok til også å være offensiv overfor private arkiver. Jeg vil gi til kjenne at Kristelig Folkeparti kommer til å støtte Arbeiderpartiets forslag nr. 1 i innstillingen. Men jeg har et spørsmål til forslag nr. 4, fra Senterpartiet, et av de løse forslagene, for i innstillingen fremmer de jo tre forslag, og når det i innstillingen fremmer de jo tre forslag, og når det gjelder det tredje forslaget, er departementet veldig tydelig på at dette kan være et forslag som bl.a. hindrer etableringen av helsearkivet i Tynset. forslag som bl.a. hindrer etableringen av helsearkivet i Tynset. Forslag nr. 4 er en revidering av forslag nr. 3, så jeg bare lurer på om statsråden har hatt mulighet til å se på forslag nr. 4, og om det fortsatt er slik at om det blir flertall for det, kan det være til hinder for etableringen av helsearkivet på Tynset, og det ønsker i hvert fall ikke Kristelig Folkeparti at vi skal begynne å stikke kjepper i hjulet for. Men vi stemmer altså for forslag nr. 1 fra Arbeiderpartiet i innstillingen.

Omorganiseringa skulle gi betre og meir effektive tenester for brukarane, men det motsette har skjedd. Nedprioriteringa av den historiske og arkivfaglege kompetansen i statsarkiva har ført til klart dårlegare vilkår og tilgang for publikum. Dette gjeld både vanlege brukarar og dei som driv med Både historikarar, rettshistorikarar, tilsette og andre har uttrykt bekymring over denne utviklinga. Statsarkivarane som før leia kvart sitt statsarkiv, er fråtatt sitt leiaransvar. Dei er fråtatt alt budsjett- og personalansvar, saksbehandlingstida har auka, misnøya stig og mange tilsette er no slitne.

Ho vil flytta ut 15 000 hyllemeter arkiv som utgjer bestanden ved eitt av Arkivverkets mindre arbeidsstader, som det står i innspelet. Riksarkivets leiar føreslår altså i fullt alvor å radera ut eitt eller to av statsarkiva og ha statsarkiv utan arkiv, f.eks. i Kristiansand. Korleis er det mogleg at ein Noreg som samfunn må ha råd til å oppbevara nasjonens kollektive minne. Arkivmateriale er unikt, statsarkiva må framleis kunna ha lokal rettleiingsfunksjon overfor publikum og offentleg myndigheit. Dei må framleis kunna hjelpa til på svært mange felt innanfor forvaltinga. Ulike instansar skal forstå lokalhistorisk materiale, f.eks. ved kjøp og sal av eigedom, ved tvistar eller ved hjelp til tolking av gotisk Stortinget bør difor gripa inn. Statsarkiva i regionane må ikkje sentraliserast, som alt anna under denne regjeringa. Arkivverket er ikkje Riksarkivarens private selskap, det er eigd av staten og skal tena samfunnets behov. Omorganisering av Arkivverket er ikkje berre ei intern sak. Dette handlar om arkivpolitikk. ei intern sak. Dette handlar om arkivpolitikk. Ei svekking av det regionale nivået, som no skjer, er ei sterk svekking av arkivpolitikken i Noreg og ei sakte pulverisering av opparbeidd arkivfagleg kompetanse og lokale publikumstenester i statsarkiva. Difor bør vi engasjera oss. Eg tek opp dei innleverte forslaga frå Senterpartiet og kan koma tilbake til dei endringane som er gjorde frå det
Da er det

så vidt òg Arbeidarpartiet har gjeve uttrykk for herifrå, frå det eg oppfattar som seriøst hald – alt frå spørsmål til alvorlege bekymringar. Samtidig må eg nok seie at ein frå Stortinget skal vere veldig forsiktig med å gripe inn i ei pågåande omorganisering, eit arbeid som iallfall i utgangspunktet har som hensikt å modernisere arkiva og få dei til å fungere endå betre, og som, så vidt eg veit, har vore gjennomført i samråd med dei tilsette sine organisasjonar. Utgangspunktet er å få betre fungerande tenester. Vi vert likevel bekymra når vi tek imot ein god del spørsmål, òg fordi for kort tid sidan, som det vart teke opp her frå talarstolen, gjorde Stortinget fleire vedtak, og for kort tid sidan, som det vart teke opp her frå talarstolen, gjorde Stortinget fleire vedtak, og statsråden kom til Stortinget med viktige avklaringar – bl.a. at statsarkiva skal behaldast, med sin eigen statsarkivar, og at statsarkivaren skal vere leiar for det enkelte Eg meiner det skal sitje eit stykke inne, slik komiteen legg opp til, at Stortinget veldig direkte går inn i det, men eg må samtidig seie at eg ventar på innlegget frå statsråden no, og synest det er viktig at ho avklarar prosessen – at det vert følgt opp det Stortinget tidlegare har sagt, og det ho har forsikra Stortinget om i saka.

Det var parallell oppbygging av kompetansemiljø i flere statsarkiv, som ville være unødvendig sløsing med knappe midler. Med omstilling vil etaten lettere oppnå en enhetlig, landsomfattende oppgaveløsning og brukertjenester, basert på prinsippet om likebehandling. I Prop. 1 S for 2016–2017, på side 165, har jeg gitt følgende orientering om

bekymrer meg veldig, særlig med tanke på løftene vi har gitt om etablering av nytt Tynset-arkiv. Det er arkivfaglig ukontroversielt å digitalisere papirdokumenter som er skapt etter 1990, bevare dokumentene i digital versjon og destruere originalversjonen. Vi snakker om helt andre behov for arkivkompetanse og helt andre behov for arealer hvis Senterpartiet får støtte til sitt forslag her i dag, og det betyr at det i hvert fall er umulig å følge opp vedtaket om å starte bygging på Tynset i sommer, som mange har forutsatt. Jeg forutsetter at alle forstår at Arkivverket selvsagt ikke skal destruere arkivmateriale som gjenstandsmessig har historisk verdi. Det er også et forslag her om en bred utredning av samfunnets arkivfunksjoner. Jeg vil bare understreke: Vi er nå i gang med å følge opp Stortingets anmodningsvedtak om å igangsette en revidering av arkivloven. En parallell utredning om samfunnets arkiver bør derfor ikke settes i gang nå. Det blir replikkordskifte.

Arbeiderpartiet er selvsagt ikke interessert i å være med på noe som setter spørsmålstegn ved etablering av helsearkivet på Tynset, men jeg vil da bare spørre om statsråden deler den oppfatningen at Senterpartiets nye forslag nr. 4 er i tråd med det statsråden tidligere har sagt? Jeg vil berømme saksordføreren for et godt innlegg, og jeg vil svare på spørsmålet nå, slik at det ikke skal være noen tvil: I helsearkivforskriften § 27 er det fastsatt at pasientarkivmateriale som digitaliseres etter avlevering til Norsk helsearkiv, normalt skal kasseres. Det betyr at en sikrer at arkivmateriale som er avlevert Arkivverket, ikke kan destrueres etter digitalisering. Det som Senterpartiet foreslår som nytt forslag nr. 4, anser jeg å være det samme forslaget som jeg kommenterte tidligere, som vil kreve helt andre behov for arealer og helt andre behov for arkivkompetanse, og som vil være et helt annet arkiv på Tynset enn det Stortinget har forutsatt, og det vil klart få store følger for det som er planlagt igangsatt på Tynset allerede i sommer.

Arkivverket selv i sin budsjettsøknad for 2018 kommer med signaler i retning av et mulig ønske om å redusere bygningsmasse og flytte arkivmateriale. Da er spørsmålet om statsråden ser det som aktuelt i det hele tatt å avvikle magasinkapasiteten ved noen av de eksisterende statsarkivene? Nei, i utgangspunktet følger vi opp det vi har sagt, med tanke på depot av tidligere magasiner, og vi setter i gang – etter planene – med det

de planene som allerede er for igangsetting av bygging av arkiv på

De åtte statsarkivene har betydelig virksomhet. Regjeringa har framlagt en uvirkelig, teoretisk organisasjonsmodell, et eksperiment fjernt fra erfaringsbasert kunnskap. Mitt spørsmål er: Hvorfra har statsråden erfaringen at en slik organisasjonsmodell fungerer
som fortalte meg at det er krevende med omstillingsprosesser, men nå var det absolutt på tide med en omstilling innenfor Arkivverket, som på alle andre områder i samfunnet. Så skal vi ha stor respekt for at det er krevende. Vi får også mange tilbakemeldinger. Det er mange som synes det er vanskelig, også mange tilbakemeldinger. Det er mange som synes det er vanskelig, men som sier at dette er nødvendig. Så er det noen få røster som jeg vet Senterpartiet, bl.a., har veldig hyppig kontakt med, og som gjerne vil at ting skal være sånn som det har vært. Jeg vet også at det finnes folk som tviholder på å bevare det sånn som det har vært. Men for at vi skulle gjøre med å ta vare på arkivene, ta vare på Norges historie, var vi nødt til å gjøre endringer. Det er krevende å stå i det, men jeg er helt sikker på at resultatet kommer til å bli veldig bra. Replikkordskiftet er omme. Nok engang opplever en i et replikkordskifte ikke å få svar på det en spør om, og

Det er for overfladisk, for ethvert spørsmål krever et svar, også av en statsråd. Det som pågår nå, er store eksperimenter i offentlig sektor, og nå er turen også kommet til Arkivverket, med et omorganiseringsprosjekt ingen egentlig ser konsekvensen av. Det er en utvikling etter en omfattende omorganisering av Arkivverket fra 1. november 2016 som etter en omfattende omorganisering av Arkivverket fra 1. november 2016 som gir grunnlag for bekymring. På det nye organisasjonskartet er Riksarkivet og de åtte statsarkivene visket bort og erstattet med tre nye fagavdelinger for henholdsvis innovasjon, forvaltning og publikum, ledet av avdelingsdirektører i Oslo. De åtte tidligere statsarkivarene består i navnet, men rollen er redusert til en bistilling uten faglig myndighet og ansvar, og det er god grunn for fagfolk til å stille spørsmål ved om denne omstillingen er egnet til å opprettholde statsarkivenes tjenester overfor publikum. En nyordning uten hensyn til geografi, basert på sentral fjernledelse, er ikke egnet til å møte regionale og lokale interesser. fra folk ansatt der at de tradisjonelle historiske og arkivfaglige stillingene i mindre grad blir besatt ved ledighet, til fordel for nye stillinger innenfor eksempelvis forvaltningsrettet virksomhet, IT, kommunikasjon, prosjektutvikling og virksomhetsarkitektur. De ansatte ved statsarkivet har en unik stedlig kompetanse, som ikke må separeres fra det arkivmaterialet de er eksperter på. Når vi ser argumentasjonen fra komiteen til Senterpartiets forslag, der en viser til statsråden, og hvor det heter at forslaget vil «føre til mindre enhetlig tjenestetilbud og til geografisk bestemte forskjeller i oppfølgingen av lovpålagte plikter», som er den sterkeste argumentasjonen, blir jeg ganske matt. Her står vi overfor en statlig institusjon med en ledelse, ved en riksarkivar, som har full mulighet til å sikre er helt nødvendig å gripe inn i den og se på den videre. Her er det noe som må følges opp etter valget, for en slik teoretisk modell vil ikke fungere. Det er ikke erfaringsbasert kunnskap som ligger til grunn. For å fortsette litt på det som handler om digitalisering: Det er

Jeg vil i den forbindelse vise til at det i helsearkivforskriften er fastsatt at hoveddelen av pasientarkiv skal destrueres etter digitalisering i Norsk helsearkiv. Arkivverket vil imidlertid ta vare på originaler av materiale av historisk verdi.» Jeg oppfatter at det egentlig er akkurat det samme som står i Senterpartiets nye forslag nr. 4, og jeg mener at det nye forslag nr. 4 skiller seg fra det som lå i representantforslaget. Det var også grunnen til at Arbeiderpartiet i komiteen valgte ikke å gå inn i representantforslaget, men at vi har sett at det men at vi har sett at det kan være aktuelt å støtte forslag nr. 4 nå – jeg mener at det er to forskjellige ting. Det hadde vært fint om statsråden eventuelt kunne sett litt nøyere på de to forslagene og gitt en vurdering av nettopp det, for jeg mener at det nye forslag nr. 4 er helt i tråd med det som statsråden selv har sagt og svart Stortinget tidligere, og at det bare er en understrekning av noe vi er enige om. Når det gjelder vårt forslag om en bred utredning, mener vi at det er på sin plass. Vi mener også at det er mulig å se dette som parallelle prosesser, uten at det ene stopper det andre, for da vi var enige om å be om en revidering av arkivloven, var det også med noen forutsetninger, som vist til tidligere, og forsikringer gitt fra statsråden om at statsarkivarer bl.a. skal ha stedlig ledelse, ha ansvar for hvert sitt statsarkiv. Så kan vi jo se i den prosessen som er gjennomført, at det er mulig å stille spørsmål ved realiteten i om det er sånn nå. Derfor synes vi det er på sin plass å løfte opp noen bekymringer. Dette er vår mulighet nå til å komme med og løfte opp noe som vi mener er viktig å ha med, både i den videre jobbingen med arkivlov og med arkivsektoren generelt i Norge. Det er derfor vi ber om en slik utredning. Vi mener at det skal være mulig å kunne få til – og ha to tanker i hodet samtidig – både å revidere arkivloven og å ta en større nasjonal diskusjon om arkivsektorens plass i samfunnet.

referert frå svar på skriftleg spørsmål frå underteikna, der statsråden sjølv seier at materiale som har historisk bevaringsverdi, ikkje kan destruerast. I brevet frå statsråden til komiteen i sjølve saka står det òg: «Jeg kan forsikre om at Arkivverket ikke vil destruere eldre bevaringsverdig arkivmateriale.» arkivmateriale.» Når forslaget vårt går ut på at vi ber om at digitaliseringsarbeidet vert gjennomført slik at historisk bevaringsverdig materiale ikkje vert destruert sjølv om det er digitalisert, er det, slik eg vurderer det, heilt korrekt og i tråd med det statsråden sjølv har informert oss om. Men utgangspunktet for forslaget er jo ikkje Tynset. Utgangspunktet for forslaget er at Riksarkivaren har føreslått at mindre statsarkiv i Noreg skal mista arkiva sine, og det vert grunngitt med at no skal alt destruerast. Men det er jo ikkje slik det fungerer, for det skal framleis vera slik at historisk bevaringsverdig materiale må lagrast i eit arkiv. Så til vårt forslag, nr. 3, om å «sikre tilstrekkelig lokal magasinkapasitet ved det enkelte statsarkiv og at ingen av statsarkivene mister sine magasin». Det er eit ganske nøkternt forslag. Eg kan ikkje forstå at ikkje eit samla storting kan slutta seg til dette. Vi ber om at ingen statsarkiv mister magasina sine, og om at dei skal ha tilstrekkeleg lokal magasinkapasitet. Eg hadde ikkje trudd at vi skulle vera i ein sånn situasjon at vi måtte

statsarkivar som geografisk leiar, som statsråden sjølv har lovt Stortinget, og at det skal vera regional kompetanse og publikumstenester. Det er det vi har vorte lova før – vi føreslår det på nytt igjen. Det burde vera heilt uproblematisk for Stortinget å slutta seg til det. Vi kjem òg til å støtta Arbeidarpartiets forslag i saka. Jeg tok ordet fordi jeg registrerer at kulturministeren ikke har bedt om ordet for å

til Senterpartiet, som var grunnlaget for denne saken. Det er vel det signalet Senterpartiet selv har tatt gjennom at de har fremmet et justert forslag, som vi mener ivaretar framdriften på Tynset, men også behovet for at det som handler om historisk bevaringsverdig materiale, skal ivaretas. Inntil Stortinget kan ta beslutning i den saken, trenger vi at statsråden svarer på om de påstandene hun kommer med, at hvis man vedtar forslag nr. 4, vil det stoppe planene på Tynset, medfører riktighet eller ikke. Om nødvendig får vi ta en pause eller avvente til votering, sånn at statsråden får avklart med sine folk, for det må vi ha en avklaring på før Arbeiderpartiet kan ta stilling til om vi skal stemme for Senterpartiets forslag eller ikke.
Da er det

ikke minst fordi vi – og det sies – også må fokusere på private arkiver. Jeg vil bare klargjøre fra min side at det ikke er aktuelt for Kristelig Folkeparti å stemme for noen av Senterpartiets forslag, for jeg mener at de hører hjemme i en sånn bred utredning. For å oppklare det:

historisk viktig å ta vare på, skal selvsagt ikke destrueres. Sånn er det i dag, og derfor vil jeg tro at når Senterpartiet fremmer et forslag, er det fordi det er et alternativ til dagens praksis. Men hvis det ikke er det, må nesten Senterpartiet for jeg skjønner ikke bakgrunnen for at det skal fremmes et forslag i Stortinget som er likelydende med dagens praksis. Det opprinnelige forslaget til Senterpartiet var det tydelig at flere representanter her i salen var flere representanter her i salen var bekymret for ville utsette byggingen på Tynset. Det var også jeg. Derfor gjorde jeg det helt klart overfor Stortinget i mitt skriftlige svar at en endring i bevaring av bevaring av den type arkiv ville medføre at både areal og arkivkompetansen som er planlagt i Tynset, skal endres. Men hvis Senterpartiet vil ha det sånn som det allerede er i dag, at historisk materiale skal man selvsagt ta vare på, men at alt annet som digitaliseres etter avlevering til helsearkivet, kan kasseres, er det ingen grunn til å bekymre seg.

og i neste innlegg seier at det er ei vidareføring av dagens praksis. Det høyrer ingen plass heime, og eg synest det er ei ganske slett haldning til det vi diskuterer her i dag. Grunnen til at vi fremja forslaget i innstillinga, var at det kom spørsmål frå Riksarkivaren i samband med at dei ville slette arkiv og ha ei auka destruering. Difor fremja vi forslaget i innstillinga. Vi skulle sjølvsagt den gongen òg hatt med uttrykket «historisk bevaringsverdig materiale». Vi har aldri tenkt at vi skal ta vare på alt – sjølvsagt skal nyare materiale digitaliserast og destruerast. Den nye ordlyden er heilt presis, og han er heilt nødvendig på grunn av det som no skjer i Arkivverket. Takk for den siste oppklaringen fra statsråden. Representanten Bekkevold var også inne på det i

Men som også representanten Bekkevold understreket, er det et tema som kanskje kan og bør tas med inn i en slik bred utredning som Arbeiderpartiet har bedt om og foreslått. Så for å avfeie enhver usikkerhet knyttet til pasientarkivet på Tynset, anser vi at

Senterpartiet egentlig ber om, er at man innfører en regelstyrt ordning. Det er mange partier her på Stortinget som er for å innføre en regelstyrt ordning når det gjelder momskompensasjon, framfor en rammestyrt ordning, slik det er i dag. Det er en kjensgjerning at merverdiavgiftsordningen er den største tilskuddsposten i dag til frivillig sektor over statsbudsjettet. Den er på kr. Ordningen er, sånn den er i dag, ubyråkratisk, og den er med på å forenkle hverdagen for frivilligheten i Norge. Kristelig Folkeparti finner det allikevel litt urimelig at mens f. eks. Røde Kors i Hjartdal er nødt til å betale moms på innkjøp av som man har tenkt å bruke til redningstjeneste i fjellet, kan en næringsdrivende – et høyfjellshotell – gå til innkjøp av en snøskuter og slippe å betale moms dersom man bruker den til næringsrettet virksomhet. Vi mener at dette utgjør en betydelig ulempe for frivilligheten. Jeg er veldig glad for den jobben som komiteen har gjort sammen, hvor en enstemmig komité ber regjeringen styrke momskompensasjonsordningen til frivillige organisasjoner gjennom en opptrappingsplan og utvikling av ordningen som sikrer at midlene kommer organisasjoner som er basert på frivillighet, til gode. gode. Dette er en opptrappingsplan som frivilligheten selv har bedt om, så jeg er veldig glad for at en samlet komité står bak dette forslaget. Jeg håper at de andre partiene på Stortinget, som ikke sitter i komiteen, vil slutte seg til dette, for dette er en opptrappingsplan som vil bety mye for frivilligheten

Jeg siterer fra Frivillighet Norges rapport om erfaringer med momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner: «Frem til 2014 har størrelsen på momskompensasjonsbeløpet i statsbudsjettet økt betydelig fra år til år. Dette har bidratt til at avkortningen har blitt vesentlig mindre i samme periode.» Jeg viser til budsjettinnstillingen fra familie- og kulturkomiteen for budsjettåret 2017,

pst., i 2016 lå det an til at den økte til 23,7 pst., og nå vet vi at estimatet som frivilligheten selv har for 2017, er 27 pst. Siden Høyre og Fremskrittspartiet kom inn i regjeringskontorene, har altså den prosentvise avkortingen i momskompensasjonsordningen økt dramatisk år for år, og prognosene tyder på at det bare vil fortsette framover. Jeg er glad for at komiteen har samlet seg om et felles forslag til vedtak i denne saken, der vi både snakker om å styrke momskompensasjonsordningen og om å utvikle den, slik at vi sikrer at midlene kommer frivillighetsbaserte organisasjoner til gode. gode. Det vil bli et viktig arbeid framover, men til syvende og sist handler det om evnen og viljen til å prioritere frivilligheten. Den viktigste ordningen for frivilligheten er momskompensasjonsordningen. Der har dagens regjering sviktet, og skal man få på plass en opptrapping av den ordningen, trenger vi et regjeringsskifte til høsten. Det er i alle fall tydelig. Debatter i Stortinget om momskompensasjon er en gjenganger. Jeg kan godt være med på at det

Det er en ordning som er enkel og ubyråkratisk, spesielt med tanke på de mindre organisasjonene, slik at de kan ta del i dette uten masse ekstra arbeid. Det er en stor ordning, en omfattende ordning og en god støtteordning. Vi må ikke glemme det når vi snakker om at vi gjerne skulle ønske at det var noe mer. Så synes jeg det er litt underlig bare direkte å foreslå en utvidelse av ordningen. Det vil jo bety at langt flere skal ta del i ordningen. Det innebærer et stort behov for å øke rammene betydelig bare for å opprettholde samme dekningsandel som i dag. Det har vel ikke historien fortalt er lett å få til.

Vi har arbeidet oss fram til et felles forslag til vedtak som tydeliggjør den intensjonen jeg opplever at alle partiene har om at vi skal komme enda lenger i å kompensere for merverdiavgiftsutgiftene til frivilligheten, men at det er viktig at vi gjør det innenfor dagens ordning. Hvis vi skal begynne å endre på den, er det et langt mer omfattende arbeid som må til.

Vi har en rekke ganger fremmet konkrete forslag til endringer av momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. La meg ta en rask oppsummering: I april 2014 fremmet vi et Dokument 8-forslag om å inkludere utgifter til nybygg, påbygg og ombygging for organisasjonseide kulturbygg. Forslaget ble nedstemt. Samme år fremmet vi et forslag om å endre momskompensasjonsordningen for idrettsanlegg ved å gjøre den rettighetsstyrt. Det er nettopp det som er nødvendig på dette området. Den gangen innkasserte frivilligheten en halv seier ved at et enstemmig storting anmodet regjeringen om å vurdere en slik momskompensasjon. Dessverre var regjeringens tilbakemelding på saken negativ i 2016. Stortinget har altså hatt nok av anledninger til å bringe denne saken videre, men dessverre står men dessverre står saken på stedet hvil. Men dersom flertallet virkelig hadde en intensjon om å forbedre rammebetingelsene for den frivillige sektoren, hvorfor har ikke partiene i det minste kunnet være med på å stadfeste et mål når det gjelder denne saken? Hvorfor er det ikke mulig for de øvrige partiene å forsøke både å forbedre modellen og å legge inn skranker for å hindre eventuelle uønskede effekter? Senterpartiet kan ikke forstå dette annerledes enn at dette ikke er en sak som står høyt nok på partienes prioriteringslister. I stedet risikerer idrettslag, speiderforeninger, 4H-klubber, musikkorps, Røde Kors, Norsk Folkehjelp osv. fortsatt en avkorting i sin momskompensasjon og en stor usikkerhet knyttet til den virksomheten de driver. Nok en gang går regjeringen – med stortingsflertallet på slep – seg bort i spissfindigheter og uavklarte definisjoner om Men disse spørsmålene kunne en selvsagt ha utredet videre også om Stortinget hadde samlet seg om det målet som Senterpartiet i dag tar til orde for. La meg likevel få lov å uttrykke en takk til representanten Geir Jørgen Bekkevold, som på vegne av Kristelig Folkeparti har en merknad i innstillingen som leder opp mot det forslaget til vedtak komiteen har samlet seg om. Det er en god merknad. Men når det er sagt, er Senterpartiets bekymring at forslaget til vedtak fra komiteen kun betyr å sende saken ut på en ny etappe i den ørkenvandringen som den nå har vært på i over flere år. Jeg tar med dette opp forslagene fra Senterpartiet. Da har representanten Marit Arnstad tatt opp de forslagene hun refererte til. På sett og vis kan ein nesten seie at frivilligheita er kjernen i korleis det norske samfunnet er.

Ein møter mange menneske som trur at fordi Noreg er eit samfunn med ein sterk stat, med omfattande offentleg sektor, har vi lite frivilligheit. Men vi har meir frivillig innsats, meir dugnadsinnsats enn nesten nokon andre land i den vestlege verda. Det eg djupast sett oppfattar at dette forslaget dreier seg om, er å ta eit skritt i retning av ein situasjon der vi likebehandlar frivilligheit med næringsverksemd og offentleg sektor, som eg synest vil vere det

Vi forstår det som at Stortinget vedtek at vi no skal gå den vegen. Det er det realistisk å gjere, f.eks. over ein fireårsperiode, og i samband med budsjettet for både i år og i fjor var SV det partiet som la inn det største forslaget til løyvingar i sitt alternative statsbudsjett. Med eit løft over ein fireårsperiode er det mogleg å gjere det slik at vi kjem i mål. Det vil vere ei betydeleg satsing, men fullt

at ein kjem dit, og at det er ei ordning som likebehandlar. Vi kjem òg til å støtte forslag nr. 3, om å «sikre rett til full kompensasjon for alle utgifter i forbindelse med nybygg, vedlikehold og rehabilitering», osv. Eg vil presisere at vi gjer det, sjølv om det står «organisasjonseide». Eg meiner at det ikkje treng å vere avgrensa til det. Det skal vere bygg knytt til kultur- og frivilligheitsaktivitet, som er ramma.

hvordan vi kan gjøre frivilligheten bedre. Merverdiavgiftsordningen for frivillige organisasjoner er den største tilskuddsordningen til frivillig sektor over statsbudsjettet noensinne, og er i dag på 1,3 mrd. kr. Sist uke hadde vi innspillskonferanse med frivilligheten, oppstartsseminar til den nye frivillighetsmeldingen. Selv om det er store utfordringer for å gjøre frivilligheten enda bedre, er det veldig godt å høre at frivilligheten er glad for at vi i Norge har rause ordninger. Vi har myndigheter som legger til rette for at frivillig arbeid skal foregå i hele landet, hver eneste dag. Momskompensasjonsordningen er et sentralt virkemiddel i regjeringens frivillighetspolitikk. Det kommer den fortsatt til å

og dagens ordning er særlig tilpasset de små organisasjonene og lagene som ikke har administrative ressurser. De er spesielt glad for at ordningen er som den er. Det betyr at momskompensasjonsordningen bidrar til at organisasjonene kan prioritere aktivitet fremfor papirarbeid. Ikke minst er midlene også det betyr at midlene kan brukes fritt i den ikke-fortjenestebaserte delen av virksomheten, og det skal vi fortsatt ivareta. Evalueringen av momskompensasjonsordningen viser at den når ut til hele frivilligheten. I en så stor ordning som momskompensasjonsordningen er det likevel naturlig å ta jevnlige gjennomganger for å sikre at intensjonen med ordningen oppfylles. Det er det igangsatt arbeid på. I på. I forbindelse med frivillighetsmeldingen vil vi nå også selvsagt gå gjennom alle ordninger og se på hvordan vi i enda større grad enn i dag kan legge til rette for at vi skal ha en frivillighet som fungerer godt, over hele landet. Det blir replikkordskifte. Jeg merker meg hva kulturministeren sier om betydningen momskompensasjonsordningen har. Da er det

altså en forskjell på 10 prosentpoeng. Så fortetter den nedgangen: Hvis regjeringen får det som den vil, vil det bare være halvparten organisasjonene får igjen i momsutgifter innen åtte år. Når statsråden selv understreker hvor viktig denne ordningen er i form av frie midler og at man sikrer at organisasjonene kan konsentrere seg om aktivitet framfor søknadsskriving, hvorfor har da statsråden systematisk bidratt til prosentvise avkortingen øker år for år? Representanten sier at vi har redusert bevilgningene. Det har vi ikke gjort. Vi har økt ordningen med 350 mill. kr i denne perioden. Det er mye penger. Derfor ser jeg nå samlet sett på 1,3 mrd. kr. Det er ett svar på at avkortingen er økt, og det er særlig fordi det nå er mange flere organisasjoner som mottar kompensasjon. Det må også Stortinget ta hensyn til hvis man ønsker å bredde ut ordningen slik at mange flere organisasjoner enn i dag mottar midler. Jeg sa ikke at bevilgningen har gått ned, jeg sa at avkortingen har økt år for år.

Jeg mener det er viktig å bevare denne ordningen, slik at organisasjonene får frie midler og selv er i stand til å prioritere hvordan de skal benytte midlene. midlene. Så er det også viktig at vi setter i gang med andre tiltak. Derfor er jeg veldig glad for at vi nå er i gang med frivillighetsmeldingen. Det er mange år siden det har blitt laget en frivillighetsmelding. Vi ser at det særlig er behov for å rekruttere unge og flere seniorer inn i frivilligheten og sørge for at frivilligheten over hele landet har gode muligheter til å bidra til

usikkerhet. Sjøl om en har økt bevilgningen, er også den prosentvise avkortingen økt, og mange organisasjoner lever i stor usikkerhet fra et år til et annet når de bygger et anlegg. Så jeg synes statsråden skal være litt forsiktig med å skyve frivilligheten foran seg og gi inntrykk av at de er fornøyd, for de er langt fra fornøyd med den avkortingen vi har sett de siste årene. Når man bygger en idrettshall i på dugnad fra lokalbefolkningen og må leve i et år med usikkerheten om det blir 70 pst. eller 80 pst. som blir dekt gjennom momskompensasjonsordningen, fordi den prosentvise avkortingen enten er 30 pst. eller 20 pst., så er det klart at det er et stort problem. Skjønner ikke statsråden det – at det er vanskelig, og at det skaper usikkerhet for de frivillige organisasjonene? Nå googlet jeg
regelstyrt. Det jeg er opptatt av, er at vi faktisk sørger for at frivilligheten blir kompensert. Derfor er jeg veldig glad for at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

Det forslaget vert òg avvist. Det vert vist til at vi manglar ei fullstendig oversikt over kor mange bygg og anlegg som er eigd av frivillige organisasjonar. Det vert argumentert med at det difor er vanskeleg å sjå konsekvensane av forslaget, og det vil òg kunne gå ut over aktivitetsformål, står det i svaret frå statsråden. Det står òg at ordninga vil koma berre dei store organisasjonane til gode, og det vil da kunne auka forskjellen mellom store og små organisasjonar. Det er ganske oppsiktsvekkjande at statsråden bruker alle desse argumenta. Å gi kompensasjon til organisasjonseigde kulturbygg, nybygg og rehabilitering rehabilitering vil sjølvsagt ikkje berre koma dei store til gode. Det er mange små organisasjonseigde kulturbygg og lagshus som vil ha stor nytte av at dette kjem på plass. Det ville sjølvsagt ikkje gå ut over aktivitetsformål. Det er tvert imot motsett. Dette ville gjera at frivillige lag kunne bruka sine ressursar og sin dugnadsinnsats til å skapa aktivitet i huset sitt. At det manglar ei oversikt over kor mange kulturbygg og anlegg ein har, ja, det kan vera eit problem, men det er eit luksusproblem. Ein kan starta ei kartlegging viss det er det som skal til. Men elles kan ein i alle fall utvida ordninga vi har i dag, slik at vi får ei likestilling mellom og dei mange viktige kulturhusa vi har rundt omkring i Noreg.

For det første er den forpliktende i form av at vi skal ha en opptrapping. Vi skal snu den negative trenden som har kommet under Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen, og vi må få i gang en opptrapping som sørger for at frivilligheten får igjen mer av det den betaler i moms. Så er det et annet element i det, nemlig del 2, utvikling av ordningen som sikrer at midlene kommer organisasjoner som er basert på frivillighet, til gode.

Men det ligger en forpliktelse i det vedtaket som i dag blir fattet. Som jeg var inne på i et tidligere innlegg, er det viljen til faktisk å prioritere feltet som avgjør dette spørsmålet. Nå er dette kulturkomiteens siste debatt med av Høyre i Kulturdepartementet, er historien om brutte løfter og reduserte ambisjoner. Det gjelder for så vidt hele kulturfeltet, men vi ser det svært tydelig på frivillighetsfeltet som vi i dag diskuterer. Det var ikke måte på hvor høy og mørk Høyre gjorde seg før forrige stortingsvalg når det gjaldt momskompensasjon, forenkling for frivilligheten og styrking av midlene. Men resultatet etter fire år er frustrasjon i frivilligheten både over manglende framdrift i spørsmålet om forenkling, over manglende vilje fra regjeringen til å satse på barne- og ungdomsfrivilligheten og over stadig økende avkorting i momskompensasjonsordningen. Det synes jeg er trist, men jeg ser fram til et regjeringsskifte til høsten, så vi igjen kan få i gang en opptrappingsplan for frivilligheten og sikre at frivilligheten kan gjøre den jobben den ønsker å gjøre, være fri og ha bred aktivitet over hele landet, til beste for folket, framfor å skrive søknader.

er nødvendig – ja det

vel

Takk for samarbeidet, og jeg lover å øve mye på tubaen i sommer. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 18. Det gjelder sak nr. 4 på dagsordenen om et program for teknologiutvikling i vannbransjen. Der er det i innstillingens I et forslag fra et flertall i komiteen. Etter å ha lyttet grundig til debatten vil jeg på vegne av Høyre og Fremskrittspartiet varsle at både Høyre og Fremskrittspartiet ønsker å kan det da kanskje bli et enstemmig vedtak. Siden det har vært så mange andre her som har sendt hilsninger i forbindelse med sitt siste innlegg, vil jeg også gjøre det, og jeg gjør det gjennom en stemmeforklaring. Her tar vi imot hilsninger om de kommer i det ene eller det andre innlegget. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har varslet at de vil stemme imot. Under debatten er det satt fram i alt to forslag, fra Heidi Greni på vegne av Senterpartiet og

at tilrådingen blir enstemmig. Det foreligger ikke noe referat. Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.